Line Henriette Hjemdal.
Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden, med de endringer som ble vedtatt 12. november 2013, blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt. Det foreligger en rekke fra representanten Jens Stoltenberg, som trådte ut av Stortinget i tiden fra og med 16. juni til og med 30. september, foreligger søknad om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med utløpet av sesjonen for å tiltre stilling som NATOs generalsekretær – fra representantene Frank Bakke-Jensen, Fredric Holen Bjørdal, Rigmor Andersen Eide, Ingrid Heggø, Bente Stein Mathisen og Ib Thomsen om permisjon i tiden alle for å delta i De forente nasjoners 69. ordinære generalforsamling i New York – fra representanten Bengt Morten Wenstøb om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 7. november for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole – fra representantene Lise Christoffersen, Tore Hagebakken, Frank J. Jenssen og Kristin Ørmen Johnsen om permisjon i dagene 1. og 2. oktober, og fra representantene Ingebjørg Amanda Godskesen og Morten Wold om permisjon onsdag alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2014-sesjon, 4. del, i Strasbourg – fra representantene Sverre Myrli og Jan Arild Ellingsen om permisjon i dagene 1. og 2. oktober, begge for å delta i møte i NATOs parlamentariske forsamling i Catania i Italia – fra representanten Karianne O. Tung om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 21. desember fra representanten Jørund Rytman om omsorgspermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 14. oktober Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Buskerud fylke, Laila Gustavsen, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Lise Christoffersens Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Aust-Agder fylke: Lene Langemyr 1. oktober For Akershus fylke: Are Helseth 1. og 2. oktober og Thore Vestby og Anette C. Elseth, begge 1.–16. oktober For Buskerud fylke: Niclas Tokerud,

Laila Davidsen, Tove-Lise Torve, Steinar Reiten, Dagfinn Henrik Olsen, Kjersti Stenseng, Truls Wickholm, Tor Bremer, Torhild Aarbergsbotten, Audun Otterstad og Tone Damsleth er til stede og vil ta sete.

Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president. Olemic Thommessen. Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.

Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident. Jeg har den ære å foreslå Marit Nybakk. Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets andre visepresident. Jeg har den glede å foreslå Kenneth Svendsen. Kenneth Svendsen er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident.

Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident. Jeg har æren av å foreslå Svein Roald Hansen. Svein Roald Hansen er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident. Jeg har gleden av å foreslå Ingjerd Schou. Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident. Jeg har gleden av å foreslå Ingjerd Schou. Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident. har gleda av å foreslå Line Henriette Hjemdal. Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

lovlig konstituert. Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt. Tidspunktet vil Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning og anser også denne bemyndigelse for gitt. Som deputasjon oppnevnes representantene Hans Andreas Limi, leder, Henrik Asheim, Abid Q. Raja, Nils Aage Jegstad, Gunvor Eldegard, Mette Tønder og Hårek Elvenes. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo Domkirke onsdag 1. oktober kl. 17. Ønsker noen ordet før møtet heves? Møtet er dermed hevet.